veldig gode støttespillere – det mer lønnsomt å ta i bruk både biogass og biodiesel. Min anbefaling er at en ikke har behov for en KVU, og at en jobber videre med prosjektet. Det er riktig at en har lokale diskusjoner i kommunestyrer og lokalmiljøene om hva som er rett trasé og rett dimensjonering. Det trenger en ikke å gå til Stortinget for å avholde en debatt om. Begge kommunene og fylkene sitter i styringsgruppen for Oslopakke 3 og vil kunne kanalisere sine synspunkter inn der, uten at verken statsråden eller Stortinget skal gi dem styringssignaler av den grunn. Det blir replikkordskifte. Det føles nesten litt rart, for

pst. bidrag fra staten i de kalkulasjonene som ble gjort. Det skal komme 5,5 mrd. kr fra Oslopakke 3, som saksordføreren redegjorde for. Resten skal bilistene betale i form av bompenger. Det blir dyrt å kjøre mellom Asker og Oslo, men det er klart at det er avhengig av hvor mye staten bidrar med. Så selv med 30 pst. statlig bidrag blir det altså bompenger på over 100 kr for å kjøre Asker–Oslo tur-retur. Bompengene kan jo gå kraftig ned hvis staten øker sine bidrag. Så spørsmålet mitt er: Når blir det avklart hva som skal være statens bidrag til Det er Stortinget som bevilger penger, så det blir endelig avklart når Stortinget gjør vedtak. Men det er ingen tvil om at jeg skulle ønske at statens bidrag var større i mange veiprosjekter – det er Fremskrittspartiets tilnærming. Så har Stortinget hatt en annen holdning. Jeg har registrert at vi nå nettopp har hatt en budsjettdebatt der Arbeiderpartiet stort sett har vært kritisk hver gang regjeringen har foreslått å redusere bompengeandelen Det er litt rart først å få kritikk fra Arbeiderpartiet fordi vi kutter og fjerner bompenger, og så etterpå, i en ny sak, blir det etterlyst om vi kan bevilge mer penger for å fjerne eller redusere bompengeandelen. Jeg har ikke kritisert noen, jeg har bare forholdt meg til de tallene som Statens vegvesen la fram, og Statens vegvesen hadde regnet med 30 pst. statlig bidrag. Blir det høyere, blir bompengeandelen lavere. Blir det lavere, blir bompengeandelen høyere. Det er tre elementer: bidrag fra staten, bompenger og bidrag fra Oslopakke 3. Bidraget fra Oslopakke 3 ligger fast – ca. 5,5 mrd. kr. Så det er ingen kritikk av noen, det var mer et spørsmål. Jeg er også klar over at det er Stortinget som bevilger penger i Norge, så det var i grunnen ikke det som var spørsmålet mitt. Spørsmålet var mer om statsråden kunne si noe om tidsplanen – hvordan ligger det an når vil regjeringen behandle saken og legge den fram for Stortinget, og når kan det fattes vedtak om hva som skal være statens bidrag? Vedtak om hva som blir statens bidrag, vil bli slått fast når Stortinget behandler dette. Vi jobber for at når vi får saker til politisk behandling, fremmer vi dem så fort som mulig for Stortinget. Denne saken har man ikke fått ferdig fra styringsgruppen og fra Vegvesenet. Derfor er det heller ikke lett for meg å gi noen framdriftsplan her. Men vi ser i andre saker som vi får, at når det gjelder trasévalg, har vi tatt raske beslutninger. Der en hadde saker som hadde ligget i flere år før regjeringsskiftet, ble beslutninger tatt få måneder etter regjeringsskiftet. Når det gjelder beslutning om å flytte godsterminalen ut av Trondheim og ut av Bergen, var det diskusjoner som hadde gått i mange tiår. Denne regjeringen brukte noen måneder på å beslutte at vi skulle gå videre med å gjøre nettopp det. Jeg er innstilt på å finne gode og raske løsninger. Da må en også kunne komme med beslutninger lokalt som gir oss noe å forholde oss til. Noen av oss har jobbet lenge med Oslopakke 3, inkludert E18 vestover. Jeg vil si at problemet vestover er ikke miljøkonsekvensene. Det er kostnadene – det at det koster så mye. Det som er viktig for Venstre, er at prioriteringene er riktige. Det må ikke gå på bekostning av T-bane til Fornebu og heller ikke de nødvendige jernbaneinvesteringene, men man må se på kostnadene og på mulige endringer for å få dem ned. Det er viktig at miljøtiltakene, dvs. det som handler om sykkelveier, kollektivfelt, ikke er det det kuttes ned på. se på kostnadene og på mulige endringer for å få dem ned. Det er viktig at miljøtiltakene, dvs. det som handler om sykkelveier, kollektivfelt, ikke er det det kuttes ned på. Mitt spørsmål til statsråden er da: Vil statsråden påse at det ikke er miljøtiltakene som endres, men at de opprettholdes med samme ambisjonsnivå som i de

Jeg har ikke tenkt å blande meg inn i den debatten, i og med at jeg får saken til politisk behandling senere. Men jeg synes det er bra at man har den diskusjonen gående for å få en løsning som flest mulig stiller seg bak, og som er gjennomførbar når beslutningen er tatt. Så er det viktig at samlingen av tiltak når det gjelder vei, kollektiv, buss, gange og sykkelvei, blir best mulig, sånn at man legger til rette for at flest mulig ønsker å reise kollektivt, ønsker å gå og sykle, og få best mulig framkommelighet, ved at man velger arealintensive transportmidler – nei, motsatt. Replikkordskiftet er omme. Fordi jeg er representant for Akershus og for Venstre, er jeg er representant for Akershus og for Venstre, er Oslopakke 3 viktig for meg. Oslopakke 3 skal sikre god framkommelighet for alle trafikkgrupper og prioritere kollektivtrafikk, næringstrafikk samt syklende og gående. All veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det siste er også målet i klimaforliket og i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette må være et helt overordnet mål for de investeringer vi gjør i infrastruktur i Oslo og Akershus, og dette må også gjelde E18 Vestkorridoren. Venstre forventer, som et av samarbeidspartiene i Oslopakke 3, derfor at E18-prosjektet i begge fylker tilpasses de målene som er satt for prosjektet, og at kostnadene ikke blir høyere

og med over 100 busser i timen over Lysakerelva i rushtiden er det viktig å sikre bedre tilgjengelighet for bussen. Venstre har også ønsket at det etableres et eget miljøfelt forbeholdt elbiler, samkjøring o.l. på strekningen, slik at vi kan begrense veksten i persontransport og utnytte den nye investeringen til å nå målene for Oslopakke 3 og klimaforliket. klimaforliket. Tanken er at et eget miljøfelt ikke trenger å være forbeholdt elbiler, slik det er i dag, det går an å tenke seg at et slikt miljøfelt kan brukes av både plug-in hybridbiler og andre lavutslippsbiler, slik at man får utnyttet kapasiteten på veien bedre, og ikke minst at man også premierer dem som bruker lavutslippsbiler eller nullutslippsbiler. Vi vet samtidig at

så her har man et stort behov. Vi vet at kostnadsrammen for E18 i årenes løp har hatt en formidabel vekst, og vi er opptatt av at man klarer å begrense kostnadene så mye som mulig, men det overordnede for Venstre er at kostnadene ikke blir høyere enn at tiltak som fremmer sykling, gange og kollektivtransport, blir iverksatt som planlagt, og at det helst skjer så tidlig som mulig.

mulig. E18-utbyggingen, Vestkorridoren, slik den planlegges nå, er et utpreget eksempel på feil svar på et viktig spørsmål. For det første har vi, som vi har vært inne på i tidligere debatter i dag, egentlig en klar enighet og en klar forpliktelse gjennom klimaforliket på at økt trafikkvekst til storbyene skal tas med ikke med økt veibygging. Det er overhodet ikke til å komme unna at økt veikapasitet inn til Oslo vil generere mer biltrafikk. Man får altså akkurat det resultatet som det er bred politisk enighet om at man skal unngå. Det får man for en prislapp på 40 mrd. kr, samtidig som vi ikke engang er kommet i gang med planleggingen av helt avgjørende

som ikke er til å leve med, og grunnen til dette forsinkelsesproblemet er bilmengden som skapes av veikapasiteten. Jeg tok så seint som i dag, som jeg svært ofte gjør, bussen gjennom Bærum og langs denne veien inn til Oslo. Bussen går helt fint, den. Påstandene om problemene for kollektivtransporten på denne veien er sterkt overdrevet. overdrevet. Andre resonnementer som begrunner denne veien, er også ganske spesielle, f.eks. påstandene om effekten for biltrafikk på de lokale veiene i Asker og Bærum, som for øvrig genererer en veldig stor del av den trafikken som er på, og skal inn på, E18. Det hevdes at en utbygging av E18 vil avlaste Asker og Bærum, men forholdet er selvfølgelig det stikk motsatte. Den biltrafikken som plugger igjen hele Bærum hver morgen, er generert av trafikk som skal til – og fra om ettermiddagen – E18, og en større E18 vil generere mer sånn biltrafikk på allerede overfylte veier i kommunene rundt denne byen. Det vil altså ha stikk motsatt effekt av det komiteen har som en viktig

minutter. I Oslo og Akershus har man klart det kunststykket å bli enig om de store samferdselsprosjektene. Med unntak av Akershus Fremskrittsparti sto alle partier i Oslo og Akershus bak Oslopakke 3. Etter at man reforhandlet for to år siden, hoppet SV og Fremskrittspartiet av, men fortsatt er det et stort flertall for samferdselspolitikken på begge sider av blokkene. Det sikrer både mer kollektivtrafikk og bedre veier. Det er et kompromiss hvor alle har fått sine viktigste saker innfridd, og hvor man tok mange ulike hensyn. Den store vinneren her er selvsagt befolkningen, som i sum har fått bedre infrastruktur. Mange av prosjektene er allerede åpnet. Nye ruter har kommet, prisene på kollektivtrafikken er fryst, og ikke minst kunne vi for et par uker siden endelig åpne Kolsåsbanen igjen – en viktig miljøseier som gjør at mange tusener av mennesker kan reise med banen på enklest mulig måte komme seg inn og ut av byen. Mye av politikken som har vært ført på samferdselsområdet i Oslo og Akershus, har vært veldig vellykket. Det har ikke vært noen økning i persontrafikken inn og ut av Oslo siden 2007. Den politikken skal vi fortsette med. Det er riktig, som veldig mange har sagt fra denne talerstolen allerede, at all vekst i trafikk gjennom Oslo skal skje gjennom kollektivtrafikk, og det all vekst i trafikk gjennom Oslo skal skje gjennom kollektivtrafikk, og det kommer til å være en enorm vekst i antall mennesker som bor i Oslo og Akershus. Det sier noe om hvilken enorm satsing som trengs i kollektivtrafikken dersom all vekst skal tas gjennom kollektivtrafikk. Dette hadde det ikke vært mulig å få til uten Oslopakke 3, og det hadde heller ikke vært noen Oslopakke 3 uten at E18 var en sentral del av pakken. Nå går penger fra bompengeordningen også til kollektivtrafikk og til sykkelveier.

og den veien er dårlig. Den er blant de mest trafikkerte i hele Norge, og den plager folk med støy og lokal luftforurensning. Derfor har dette vært en av de viktigste prioritetene gjennom mange år for både kommune og fylke. En ny E18 skal legge til rette for mer kollektivtrafikk. Dette er strekningen i landet som har de aller største forsinkelsene i kollektivtrafikken. I de nye prosjektene vil både bussen og syklistene få sitt eget felt. Det er en viktig del av det å legge til rette for mer miljøvennlige pendlerreiser inn og ut av Oslo. Prosjektet er godt planlagt, det har bred støtte. Rokker man ved E18, rokker man ved hele enigheten om samferdselspolitikken i Oslo og Akershus, og det er det ingen som er tjent med.

som er tjent med. Innbyggerne i Asker og Bærum og alle andre som bruker E18 Vestkorridoren, er glad for at det nå endelig er lys i tunellen for ny E18, og at oppstart av det første byggetrinnet kanskje kan skje allerede i 2016. SV i Akershus har i lang tid prøvd seg på omkamper i denne saken. De har dette året bombardert lokalavisene i fylket, og særlig Asker og Bærum Budstikke, med likelydende leserinnlegg, hvor de hevder at ny E18 vil bli en dyr gigantvei som ikke løser trafikkutfordringer i regionen. Det hevder også at veien blir en miljøkatastrofe, og at myndighetene må snu og heller bruke pengene på gang- og sykkelveier og kollektivtransport. Det er riktig som SV sier, at vi aldri kan bygge oss helt ut av køer, men det blir helt kaos hvis vi ikke gjør noen ting. Kø og forsinkelse på E18 Vestkorridoren får store ringvirkninger for mange, ikke bare for dem som bor i området. Næringslivet helt andre steder i landet påføres store kostnader når varene ikke kommer frem i tide på grunn av flaskehalsen i hovedstadsregionen. E18 Vestkorridoren er Norges mest trafikkerte vei, og derfor er det så viktig at denne veien nå endelig prioriteres, og at gjennomføringen ikke forsinkes. Det skal bygges for fremtiden i et område med stor vekst. vekst. Jeg opplever at SV ved dette representantforslaget prøver å trenere og utsette utbygging av E18, når de nå nok en gang vil be om en konseptvalgutredning før man skal ta stilling til finansieringen av utbyggingen. Jeg spør: Hvor mange utredninger skal man ha? Er det rart at det tar lang tid å bygge veier i dette landet? Det er gjennomført konseptvalgutredninger og konsekvensutredninger i forbindelse med Oslopakke 3, og det er gjennomført en komplett konsekvensutredning i tilknytning til kommuneplanen for E18 i Asker og Bærum, da i henhold til krav i plan- og bygningsloven. Statens vegvesen anbefaler å gjennomføre den lenge etterlengtede utbyggingen av E18. De har jobbet med dette prosjektet i årevis, og planene som foreligger, er både konsekvensutredet og faglig begrunnet. begrunnet. Jeg er glad for at SV ikke får tilslutning til og støtte for dette forslaget, at komiteen følger opp det som ligger i Oslopakke 3, og at det ikke legges opp til nye forsinkelser. E18 må bygges så fort som mulig. Det haster med å få ny vei. E18 er en forutsetning for å imøtekomme den fremtidige veksten i transportbehovet. I tillegg er ny E18 faktisk også et miljøprosjekt som sikrer fremkommelighet for nyttetrafikken, reduserer miljøulempene for dem som bor langs veien, og den legger grunnlaget for tettstedsutvikling. Klimaforliket i Stortinget sier at veksten i persontrafikk skal tas av kollektivtrafikk, gange og sykling. E18-prosjektet legger til rette for dette, med egen busstrasé og sykkelvei på hele strekningen. De fleste av oss innser at vi fortsatt må bygge veier i både Akershus og andre steder i landet. Med økt befolkningsvekst øker både forflytningsbehovet og nyttetransporten. Men vi har heldigvis fått flere miljøvennlige biler med lavere utslipp og nullutslipp. Derfor er det ja takk til både vei og bane. Kollektivsatsingen må styrkes, og gangveier og sykkeltraseer må bygges. Og her er Høyre enig med SV – flere folk og mer gods må over på bane. Derfor er det gledelig at vi nå har fått et samferdselsbudsjett som ruster Samferdsels-Norge for fremtiden. Det er store løft for kollektivsatsingen, økte bevilgninger til vei og jernbane og satsing på gang- og sykkelveier. Det saken egentlig gjelder, er om det skal utredes en ny KVU, og det er sykkelveier. Det saken egentlig gjelder, er om det skal utredes en ny KVU, og det er vi enige om at man ikke behøver, for dette er utredet opptil flere ganger. Man har også kommet forbi kommunedelplannivåene, og man er nå i gang med reguleringsplanene. Jeg har likevel lyst til å gjøre oppmerksom på at det er gjort en del endringer i prosjektet etter at det var i Oslo og Akershus. Det er også gjort en del kvalitetsforbedringer, ikke minst på kollektivsiden, selv om jeg ikke er så sikker på om det er med på å redusere prisen totalt sett. Det er nemlig ganske stor forskjell på å bruke kollektivfelt og å bruke en kollektivvei. Ulempen med kollektivfelt er at de brytes i ethvert kryss. Fordelen med bussveien er at den kan gå kontinuerlig, uavhengig av all annen trafikk. Men det er nok et fordyrende element å bruke den varianten framfor kollektivfelt. Så er det slik at i denne planen er det lagt opp til veldig mange reserveløsninger i tilfelle tunellene skulle stoppe opp. Det har også Vegvesenet sett på, og man har redusert antall felt med fire i kryssene. Det er jo i kryssene det er mange felt, for der skal man koble lokalveisystemet med hovedveien. E18 har seks felt i dag og blir seks felt i morgen. Det er ikke seks nye felt som til sammen blir tolv – det er seks felt. Men det er slik i dag at det er et kollektivfelt innover, og det er derfor det går så fint med bussen. Utover er det ikke kollektivfelt. Denne løsningen er nå knadd så godt at den bør tilfredsstille de fleste behov. Cirka 30 pst. av Det går 100 busser i timen over Lysakerelven i rushtiden, og bussen er også i Oslo det største kollektivtransportmiddelet – det skal vi ikke glemme. Så det å ha framkommelighet for buss er utrolig viktig i denne

sammenhengen. Ingen kan detaljene i denne saken bedre enn representanten Jegstad, og jeg er helt enig i det han sier. Det er ikke utformingen av prosjektet som er problemet. Det er ikke miljøeffekten av utbyggingen som er negativ – tvert imot er den positiv, fordi man får langt bedre tiltak for kollektivtrafikken i området. og det er der man må se på hvordan man skal finne de praktiske løsninger for å dra det videre. Jeg synes det er litt underlig å høre på retorikken fra både De Grønne og SV, for det som er grunnlaget for hele satsingen på kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, fra tidlig på 2000-tallet, er Oslopakke

til å gå til kollektiv- og miljøtiltak. Det er en gedigen pakke som er helt avgjørende for å ha det tilbudet man har i dag, og for å drive fram en utvikling også i årene framover. Dette er bygd på en bred enighet som også inkluderer oppgradering av E18 vestover, som det er nødvendig å oppgradere. Det handler om å få dette finansiert ved bomstasjoner og på en sånn måte at man får en oppgradering, og at man samtidig får de nødvendige kollektivtiltakene. Det som er avgjørende, er at det ikke går på bekostning av de store kollektivsatsingene som vi må ha, dvs. T-bane til Fornebu. I byen er det oppgradering av trikkenettet som er en nødvendighet, og selvfølgelig den jernbanesatsingen som man må ha i regionen. Det er ikke riktig at det ikke er igangsatt planer. Når det gjelder planlegging for å se på ny banetunnel og ny jernbanetunnel, er arbeidet i gang. Der kommer den første saken i løpet av våren. Det er et godt samarbeid lokalt og med nasjonale myndigheter, så vi har den samme grundigheten der for å drive fram prosessene. Oslopakke 3 er en nødvendighet, det er selve grunnlaget for at vi klarer den satsingen som vi har. Det er viktig å holde på den brede enigheten som kan drive dette framover. E18 vestover er en del av dette, og dette handler om hvordan vi skal gjennomføre det på en måte som rent økonomisk er mulig å få til, og med de miljømålene som også ligger i planene. Det er ingen grunn til å gå tilbake og sette i gang med en ny

faktisk fører til tilstrekkeleg reduksjon av klimagassutsleppa til at vi opprettheld dei forpliktingane som heile denne salen står bak. Det store problemet med Oslopakke 3 er at våre beste fagfolk har slått fast at Oslopakke 3 ikkje er i nærleiken av å føre til den nedgangen av utsleppa og transporten i Oslo-regionen som vi er av miljøomsyn, av omsyn til næringslivet og av omsyn til befolkninga. Urbanet Analyse, eitt av våre fremste transportanalysebyrå, leverte ein rapport om dette i 2013, der dei gjekk gjennom Oslopakke 3 og andre bypakker. Kva er konklusjonen? Jo, Oslopakke 3, gjennomført som vedteke, vil føre til ein auke i biltrafikken på om lag 50 pst. – de høyrde riktig: om lag 50 pst. – mot 2030. Men misforstå meg rett: Det er jo mykje bra i Oslopakke 3, for Så Oslopakke 3 er jo ei forbetring. SV deltok i Oslopakke 1, og vi deltok i forhandlingane i Oslopakke 3, med sikte på å verte einige, men etter mitt beste skjønn er ikkje Oslopakke 3 god nok når vi i dag veit at ho vil føre til ei endring i gal retning. Eg respekterer at leiaren i energi- og miljøkomiteen ser at det er mykje bra der, men han kan ikkje late som Oslopakke 3 vil løyse transportutfordringane i Oslo-regionen, når vår beste dokumentasjon frå dyktige fagfolk legg rapportar på bordet som faktisk seier det stikk motsette. Så meiner eg òg – og det er ei betydeleg utfordring – at vi ikkje har ei ferdigstilt KVU for det som kanskje vert det største samferdsleprosjektet, vegprosjektet, på svært lenge – i alle fall eitt av dei største, sjølv om ikkje alle delar er ferdige planlagde – og vi hadde stått oss på å ta opp kostnadsspørsmålet, som bl.a. Oslo bystyre har adressert betre enn det vi gjer i denne salen no. Eg er skuffa over at ikkje fleire gjev støtte til forslaget, men eg respekterer at slik er det. Det er ei stor utfordring for Noreg at summen av mange velmeinte vedtak, som ofte går litt i riktig retning i byane i sum ikkje er i nærleiken av å følgje den transportpolitikken som vil føre til den nødvendige omlegginga. Sjølv om vi har begynt – i 2013 gjekk utsleppa i transportsektoren for første gong ned – står det svært mykje att for å få dreidd transportsektoren tilstrekkeleg i riktig retning.

retning. Det blei vist til KVU for Oslopakke 3, som E18 er ein del av, som blei ferdig i 2007. Då var Samferdselsdepartementets vurdering at det ikkje var nødvendig med ei eiga KVU berre for Vestkorridoren. I dag har vi hatt til dels store diskusjonar om ganske små summar i statsbudsjettet Vi har snakka mykje om halve milliardar, vi har snakka om nokre millionar. Til liks med Elvestuen og Hansson er vi i SV òg opptekne av dei store kostnadane med denne vegen så vel som luftkvalitet, miljø og klima. Derfor ville vi prøva å ha ei eiga KVU for E18 Vestkorridoren – ei utgreiing som viser oss om 40 mrd. kr til motorveg verkeleg er vel brukte pengar,

men eg kan lova at SV vil fortsetja å løfta denne typen ting, for at dei vedtaka vi gjer i dei enkelte sakene, skal likna på dei store prinsipielle vedtaka vi gjer om kva slags utvikling vi vil

ha. Når representanten Solhjell skal se på og bedømme effekten av Oslopakke 3, bør han se på resultatene. Oslopakke 3 har nå vart i mange år og er det viktigste tiltaket som er gjennomført for nettopp å oppnå målsettingen om at all trafikkvekst skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. Og det gjøres. Biltrafikken i Oslo i dag er på 2007-nivå. Med de budsjettene som blir vedtatt her på Stortinget, kommer man til å klare dette i Oslo og Akershus også til neste år. Vi klarer å redusere biltrafikken og unngå en økning. E18 vestover i seg selv, som er et mindre stykke, er ikke det som kommer til å ødelegge dette. Det er gode kollektivtiltak inne i prosjektet, i tillegg til mange flere faktorer som begrenser eller bestemmer biltrafikken. Som representanten Jegstad også sier, beholdes den samme dimensjonen for veien – det er jo de andre veiene som må gjøres i tillegg til denne – og den bygges med seks felt. Det er parkeringsbestemmelser, det er bomring, og det er det er bomring, og det er tilbudet på kollektivtrafikken, som stadig er blitt bedre, og som også skal forbedres i årene framover. Jeg er helt sikker på at dette – Oslopakke 3 og innholdet i den – er hovedgrepet for å få det til, og det er det SV har gått imot. Det synes jeg er vanskelig å forstå. E18 vestover handler om å få til en sentral del av pakken, og så er det viktig å se på forstå. E18 vestover handler om å få til en sentral del av pakken, og så er det viktig å se på kostnadene og dimensjoneringen på prosjektet, sånn at dette ikke ender opp med å gå ut over de kollektivsatsingene som også ligger i Oslopakke 3, som skal gjennomføres i årene framover. Her må man faktisk gå videre, og man må tilpasse og ikke ta et stort steg til siden og sette hele Oslopakke på spill i en motstand mot én enkelt vei.

uttale seg om E18, tror jeg vel i grunnen at SV har bestemt seg for hva de mener om E18. Jeg tror egentlig ikke SV kommer til å endre oppfatning om E18 uansett hvor mange utredninger som kommer til å bli foretatt. Jeg synes Rasmus Hansson holdt et godt innlegg. Jeg tolker ham helt klart slik at han er imot å bygge ny E18. Det er grei skuring. Jeg er uenig med ham, men jeg synes det er greit å forholde seg til at vi skal bruke utredningstaktikken i prosjekter som vi ikke liker. Stortinget ønsker å bygge E18. Et stort flertall i Oslo og Akershus ønsker å bygge E18, og da synes jeg ikke vi skal bruke mekanismen om utredninger og nye vurderinger for eventuelt å utsette et prosjekt som det er stort flertall for. Det er

Men det eg teikna meg for, direkte, var for å replisere til representanten Elvestuen. Ja, det er riktig og utruleg positivt at ikkje berre Oslo, men fleire andre norske byar har klart å stabilisere – til dels har det vore nedgang enkelte år i enkelte byar – klimagassutsleppa frå transportsektoren dei seinare åra. Det resulterte bl.a. i at 2013 samla sett var det første året då utsleppa frå transportsektoren så vidt gjekk ned. Kanskje vil det same skje neste år, slik det har vorte hevda tidlegare i haust. Men når vi skal planleggje kva vi skal gjere mot 2030, ville det etter mitt syn vere utruleg dumt berre å sjå tilbake til 2007 og seie at det har gått ganske bra frå 2007 til no, når våre beste fagfolk har sett på kva dei mest sannsynleg trur vil skje med det vi legg opp til å vedta til år 2030. 2030. Kva er det desse fagfolka seier om Oslopakke 3? Jo, at ho vil føre til ei betydeleg auka transportmengd frå biltrafikk, fordi ho samla sett, slik ho er lagd opp, sjølv om det er mange gode enkelttiltak, er drivande for biltrafikken i regionen. Det er eit stort problem, så lenge måla og ambisjonane som regjeringar, og Oslo og Akershus sjølve, har, peikar i ei anna retning, og ein av er eit stort prosjekt, Vestkorridoren, som vil drive biltrafikken opp, og som difor burde utgreiast nærmare, men som i tillegg har mange kostnadsmessige utfordringar, som gjer at ein burde ha ei full KVU. Det hadde vore god klimapolitikk, det hadde vore god samferdslepolitikk. For meg er det overraskande, kanskje, at Venstre ikkje i større grad er open for det og støttar det enn det dei gjer – dei står på det same standpunktet som Høgre og Framstegspartiet i denne saka

noe komiteen ser svært positivt på. Komiteen har også merket seg at dette skal tydeliggjøre at Foretaksregisteret kan delta i registersammenkoplingssystemet, og derved synliggjøre løsninger og informere næringsdrivende om hvor en kan finne informasjon om utenlandske foretak. Det er en samlet komité som står bak innstillingen. Jeg tok ordet egentlig bare for å påpeke at vi har at vi har ganske mange sånne saker der vi får EU-direktiver som vi roser, og som vi bare tar inn over oss uten å ha

EU, gjelder nettopp denne type virksomhet hvor vi ser positivt på det som skjer, og hvor vi ser nytten av den type ting som EU faktisk innfører. Det synes jeg det var et poeng å understreke, siden vi som regel bare kjefter på EU. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Stortinget er da klar til å gå til votering.

vi kan vere

Stortinget er da klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt 7 forslag. Det er forslagene nr. 1–5, fra Eirin Sund på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 6, fra Janne Sjelmo Nordås på vegne av Senterpartiet forslag nr. 7, fra Ingunn Gjerstad på vegne av